starten,
men

Det er fullt ut akseptabelt å støtta presidentens forslag, men eg vil berre understreka at forretningsordenen har ein anna ståstad til denne typen spørsmål.